Det er der den store konkurransen er. Den greier man ikke å forhindre med en boklov når man har forskjellige prisnivåer, når man har en bransje som ikke er med og utvikler det elektroniske markedet, og når ungdommen nå bare automatisk laster ned engelske bøker på Pad-ene sine. Det tror jeg er den største konkurransen for den norske litteraturen. Det var litt vanskelig å få tak i tråden i det Thomsen svarte nå. Han sier at det viktigste for å bevare det norske språket er å ha gode forfattere. Hvilke virkemidler ser Thomsen for seg for at man skal ha gode norske forfattere? Ja, jeg var vel inne på det. Jeg beklager hvis representanten mistet tråden, men jeg sa vel noe sånt som at det var viktig at de også selger mange gode bøker, altså selger bøker, at de tjener penger. Da utvikler man forfatterne videre. Når man ikke er med og utvikler det elektroniske markedet, og det er med på at de får muligheten til å selge bøkene sine også på norsk istedenfor at ungdommen nå laster ned på engelsk, vil det bli et begrenset salg av norske bøker. Hvis representanten mistet tråden en gang til, kan jeg godt gjenta det: Det er viktig at man er med i utviklingen, at man også kan være med på det elektroniske markedet, at man selger flere norske bøker, både på papir og elektronisk, altså e-bøker. På den måten tror jeg at man kan være med og styrke det norske språket. Eg fekk med meg som ein tråd, kan ein seie, i innlegget at representanten

Min saliggjøring begrenser seg nok litt når man ser at det nå kommer en ny avtale i bransjen. Bransjen har vært fornøyd med det før. De fikk en boklov, og nå er det tilbake til en avtale. For min del tror jeg at fripris og markedskreftene kunne ha styrt dette på en god måte videre. Litt i forlengelse av det jeg sa til Rigmor Aasrud om at dette nå er blitt et internasjonalt marked: Vi må prøve å få fokus på det norske markedet, og det gjør vi ved at vi gir norske forfattere mulighet til å selge mange flere bøker på flere plattformer. Replikkordskiftet er over. Omsetning av bøker er et marked, men reguleringen av dette markedet er mer enn næringspolitikk. Det er litteraturpolitikk, det er kulturpolitikk, det er forvaltning av norsk språk, og det er forvaltning av norsk identitet. Forfattere skal ha gode arbeidsvilkår, og Kristelig Folkeparti vil at leserne skal ha et bredt Jeg mener at bokloven ikke var godt nok egnet for å få til dette. Den var heller ikke godt nok egnet til å stimulere utviklingen i bransjen eller å sørge for innovasjon og sunn konkurranse. Men samtidig – og det er viktig – er ikke fripris veien å gå. Det er det heller ikke flertall for her på Stortinget. Fastprispolitikken er et bærende element i norsk litteraturpolitikk. Spørsmålet er da hvordan vi mest hensiktsmessig sikrer den fastprispolitikken og regulerer den framover. Bokbransjen og hele litteraturfeltet er i en omfattende omstilling, og en bransjeavtale vil, i større grad enn Boklöv – boklov – sikre en dynamikk som gjør at omstillingen skjer i takt med tidens utfordringer. Derfor er det riktig å trekke bokloven, etter Kristelig Folkepartis syn, og det er bra at en avtale er på plass. Avtalen skal reforhandles hvert annet år. Det er partene i bransjen som framforhandler en avtale. Samtidig vet partene at det er noen forventninger fra myndighetene om hva en slik avtale bør inneholde for at den skal unntas fra konkurranseloven. Det er selvsagt partene selv som først og fremst skal definere en avtale, men jeg regner med at det vil være god dialog mellom bransjen og regjeringen på dette. Det er helt legitimt – ja, jeg forventer det faktisk – at regjeringen har en aktiv litteraturpolitikk og bidrar til å stille noen velbegrunnede krav til bransjen. Vi må f.eks. kunne forvente at bransjen utvikler gode norske konsepter for digital omsetning av bøker, og at det gjøres tilgjengelig på en forbrukervennlig måte. Utviklingen på e-bokmarkedet er noe av det som det vil være naturlig å se nærmere på når ny avtale skal vurderes om to år. Kristelig Folkepartis posisjon er og har vært at verken fripris eller fastpris gjennom boklov er noen god løsning. Vi ønsker et fastprisregime gjennom en bransjeavtale, og derfor er vi glade for at nettopp dette er på plass nå. En boklov, slik de rød-grønne la opp til, er etter Kristelig Folkepartis syn for statisk. Markedet og betingelser endrer seg raskt, og det er viktig at utviklingen ikke fryses gjennom en lov, slik den forrige regjeringen la opp til. Over tid har litteraturbransjen fått støtte- og særordninger som bidrar til å gjøre den levedyktig. På mange områder har disse ordningene vært Det utgis mange gode bøker på norsk. Så godt som alle nordmenn leser bøker jevnlig, og det er med tiden utviklet et stort og omfattende nettverk av forhandlere. Dyktige bransjeaktører som forfatterforeninger, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen har bidratt til å øke leselysten. Med en aktiv og offensiv litteraturpolitikk framover er jeg trygg på at vi kan styrke norsk litteratur og norske forfatterskap – også uten en boklov. Det blir replikkordskifte.
Som medlem av kulturkomiteen kan man fort havne opp med idrettsuttrykk, og boklov kan fort bli Boklöv. Men jeg går til mitt spørsmål, som er mer rettet mot at hvis bokavtalen nå faller i ESA, og fripris er uaktuelt for Kristelig Folkeparti, hva er da siste
Vi følger selvfølgelig også nøye med på hva som skjer med en slik bransjeavtale i ESA. Det er et litt hypotetisk spørsmål foreløpig, men det er helt klart at da har vi en ny situasjon. Vi ønsker ikke fripris, vi ønsker fastpris, og det har vært hele vårt utgangspunkt. Vi mener allikevel at det ikke trygges utelukkende gjennom en boklov, og det handler rett og slett om at det er en veldig statisk måte å løse det på. Bransjeavtalen, slik vi har hatt nå gjennom flere år, og som nå er reforhandlet, har jo nettopp vært en sånn dynamisk avtale der bransjen ikke gjennom en lov, men gjennom en avtale kan utvikle seg videre. Det er den dynamikken Kristelig Folkeparti ønsker skal være der fortsatt, uten at det er snakk om å gi opp fastprisen. Men dersom det viser seg at dette ikke går gjennom i ESA, vel, da har vi en ny situasjon. Kristelig Folkeparti skal ta stilling til det da. For ikke mange ukene siden var komiteen på besøk hos ESA, og da uttrykte den personen som var der på vegne av ESA, at bokavtalen vil være en av de sakene de på eget initiativ vil følge med stor mitt spørsmål til Kristelig Folkeparti er: Har man tenkt ut et alternativ B hvis bokavtalen faller hos ESA? For det første tror jeg nok at når man har laget en ny bransjeavtale nå, har man også tatt hensyn til det som er krav fra ESA. Bransjeavtale har vi hatt tidligere. Det er inngått en ny bransjeavtale nå. Jeg tror nok at de hensynene man er nødt til å ta når det gjelder EØS-reglement, også er ivaretatt her. Jeg vil bare svare slik jeg gjorde på det forrige spørsmålet, at dersom det viser seg at dette faller i ESA, har vi en ny situasjon. For oss som er opptatt av litteraturpolitikk, opptatt av at vi skal ha et bredt utvalg, opptatt av at fastprisen skal vare, vel, da får vi sette oss ned og se på dette på nytt. Det er Kristelig Folkeparti villig
Eg la merke til at representanten Bekkevold i sitt innlegg argumenterte for kvifor ein avtale er betre enn ei lov med at ei lov – han brukte ord som at situasjonen ville «fryses» eller at ho er «statisk», mens ein avtale er meir «dynamisk». Då vart eg litt nysgjerrig fordi innhaldet i lova som vart framlagt, var på dei sentrale punkta til forveksling lik dei rammene vi har hatt i ein avtale, men lova var kanskje meir generell. Så begynte eg å lure: Er det eit generelt standpunkt frå Kristeleg Folkeparti at lov ofte kan fryse ein situasjon og noko ein ikkje bør føretrekkje, eller er det noko spesifikt, og i tilfellet kva, ved forslaget til lov som kan verke mindre dynamisk, fryse ting, enn ein avtale? Jeg mener dette på generelt grunnlag ved at en lov må oppheves og behandles på statisk måte å løse dette på. En bransjeavtale har et noe løsere og mer dynamisk preg over seg, hvor man også kan omstille seg ganske fort til den nye utviklingen og nye krav som stilles også til dette markedet. Derfor har vi vært skeptiske til å organisere dette gjennom lov. Men vi har sett at bransjeavtalen har vært en god løsning, og dette har bransjen selv tatt ansvar for. Jeg er ganske sikker på at det er den måten vi kan løse dette på også i framtiden. Men jeg vil si, som jeg har sagt i mine to forrige replikker, at dersom ESA ikke vil godta dette, da har vi en ny situasjon. Kristelig Folkeparti skal da sette seg ned og være konstruktive med hensyn til det. Replikkordskiftet er over. En aktiv litteraturpolitikk med regulering av omsetningen av bøker er en viktig årsak til

I utredningen vises det til at det her til lands utgis flere titler og selges flere bøker per innbygger enn i våre naboland. En fortsatt regulering av omsetning av bøker, sammen med andre viktige litteratur- og språkpolitiske midler, er viktig for å bidra til å oppfylle de kulturpolitiske målene også framover. Men en slik regulering burde omfatte alle, mener vi i Senterpartiet. I et samspill med momsfritak for papirbøker, innkjøpsordninger for litteratur og stipend- og vederlagsordninger er særlig fastpris på nye bøker viktig for også i framtida å bevare bokas posisjon i Norge. Til forskjell fra en videreføring av ordninga med bokavtale, ville en boklov inneholdt i all hovedsak obligatoriske bestemmelser som ville omfattet alle norske utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet – omsetning av både skjønnlitteratur, sakprosa, faglitteratur for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning uansett publiseringsformat. Sentralt i bokloven lå en lovfesting av obligatorisk plikt for leverandører av bøker til å fastsette bindende videresalgspriser – fastpriser – på nye bøker. Grunnmuren i bokloven er en fastprisordning. Fastprisordninga sikrer at norske bøker koster det samme alle steder. Dette sikrer alle omsetningsledd en viktig forutsigbarhet. Fastprisen er en forutsetning for å ivareta forlagenes og bokhandlernes kulturpolitiske forpliktelser og lik tilgang på bredde og kvalitet i alle deler av landet. Det handler om å gi folk en litterær bredde – mulighet for norske forfattere og et godt mangfold. Som flere har nevnt, er det mange land i Europa som har gått veien fra bokavtale til boklov for å sikre akkurat det samme. Når vi her til lands skårer så høyt på statistikken over bokutgivelser og lesing, skyldes det selvfølgelig den kvaliteten vi som lesere blir tilbudt, men i høyeste grad også tilgjengelighet til bredde og kvalitet gjennom detaljleddet. I Norge har vi mange distriktsbokhandlere. Hele 88 pst. av befolkninga bor i en kommune med minst en bokhandel. I store deler av landet inngår bokhandelen som en viktig kulturarena. Bokhandelen tar gjerne på seg en rolle utover det å selge bøker. De arrangerer forfatterbesøk, etablerer lesesirkler og noen reiser sågar rundt til lag og foreninger for å presentere nye bøker. Leserundersøkelsen gjennomført av Ipsos MMI i februar 2012 viser at 74 pst. av befolkninga kjøpte en bok i bokhandelen. I løpet av en måned er 73 pst. av befolkninga innom en bokhandel.

Senterpartiet er opptatt av at bokhandlerne i størst mulig grad skal tjene penger på å være faghandel, og mener at en boklov ville vært et viktig rammeverk i så måte. Vi ser også sjølsagt at tilgangen til bøker endres med den teknologiske utvikling, men mener fortsatt at bokhandelen har en viktig rolle rundt omkring i landet. Representanten Aasrud nevnte ivaretakelsen av det norske språket. Faglitteraturen er, om mulig, enda mer utsatt enn skjønnlitteraturen i så måte. måte. Som utdanningspolitiker er jeg kjent med at presset fra engelskspråklig litteratur i norsk utdanning er stort. Mister vi fastprisordninger som sikrer produksjon av faglitteratur på norsk, settes grunnleggende verdier og prinsipper for læring og kvalitet i utdanninga på spill. Markedet for fagbøker i høyere utdanning er kjennetegnet av at det omfatter mange fag. I tillegg har vi også et mangfold av mange smale fag med få studenter. Fastpris på fagbøker ville sikre at hvert fag kan ha et godt tilbud av spesifikk faglitteratur på norsk. Det er derfor trist at regjeringa har valgt å vrake en boklov som ville omfattet alle i bransjen, til fordel for en fortsatt bokavtale, som ikke inkluderer

boklover som rammeverk for deira litteraturpolitikk. Noreg hadde vore tent med å ha det same i dei krevjande åra vi går inn i på dette området. Når eit område er svært viktig, er det svært ofte slik at vi òg vel å ha ei lov som ramme for politikken rundt det. Litteraturpolitikken er grunnleggjande viktig for eitkvart land. Det fortel mykje om kven vi er, og er

godt. Det å ha ein litteraturpolitikk som sikrar at ein kan få gjeve ut mange titlar – òg av forfattarar ein ikkje veit om vert superstjerner, er ei god investering i at nokre vert superstjerner og når ut til mange. Den politikken kan vi godt sikre gjennom ei boklov. Så vil eg seie at eg likevel er svært glad for at vi no har fått ein avtale som eg i grove trekk synest er svært god. Vi har vidareført eit system som vi har levd godt med i Noreg i mange år – eg synest ikkje vi skal underkommunisere det. Eg har lese at statsråden er godt fornøgd med den avtalen som er inngått, og legg opp til at han skal vidareførast i noverande form. Så får vi sjå korleis det går med Eg må likevel knyte nokre kommentarar til dei ulike partia sine innretningar, for eg spurde representanten Thomsen om kva han meinte var saliggjerande. Då synest eg han som representant for Framstegspartiet burde ha svara at han ikkje vart så veldig salig av avtalen, for hans syn er sjølvsagt, som Framstegspartiet sitt syn, at vi burde ha fri pris – ein fri marknad. Eg synest at representantane frå Kristeleg Folkeparti og Venstre burde reflektere bitte litt over

ikkje fordi avtalen i seg sjølv er mindre detaljert eller meir dynamisk, nei, tvert imot, lova ville ha vore meir overordna og meir ei rammelov, men fordi det er raskare å endre. Derfor er mitt viktigaste bodskap til Kristeleg Folkeparti og Venstre – to parti som hevdar å vere kulturparti, som er opptekne av at vi skal ha ein litteraturpolitikk som ikkje baserer seg på fri pris, og som står for mange av dei same prinsippa som SV og andre parti på

så lenge det varte, men ho kjem til å kome tilbake på eit seinare tidspunkt. Det vert fort så lenge som til etter valet i 2017. Det får vi i så fall leve med. Det blir replikkordskifte.

for alle aktørar. Den viktigaste forbetringa ville ha vore for alle som er glade i litteratur i Noreg, for då ville ein fått eit system der litteraturpolitikken sitt mål og verkeområde ville nådd ut til alle, og sikra at dei spelereglane som det har vore veldig brei einigheit om, ville gjelde alle forlag og dermed alle titlar. Så trur eg nok det er feil å teikne eit bilete der ein har

God fremvekst av nye forfatterskap og god tilgang til litteraturen for leseren er hovedmål. Faste bokpriser gir forlagene og forfatterne forutsigbare økonomiske rammer. Dette gir mulighet til å satse på litteratur i alle sjangre, der både velrenommerte forfattere og debutanter kommer til orde. Dette gir oss et mangfold i litteraturen og et velfungerende bokmarked. Bøker er kultur, men bøker er også varer som skal omsettes i et kommersielt marked. Derfor er det viktig for regjeringen at rammevilkårene ivaretar kulturpolitiske hensyn, samtidig som de balanserer de konkurransepolitiske elementene godt. Jeg har merket meg at en samlet komité støtter regjeringens litteraturpolitiske målsettinger, men at det er delte meninger med hensyn til Det er vår oppfatning at en frivillig bokavtale mellom bokbransjens aktører gir bedre rammevilkår enn boklovens obligatoriske bestemmelser. Vi mener at sterke, frie aktører på utsiden av en bokavtale og foreningene vil styrke konkurransen og innovasjonen. Regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturlivet. Det betyr mer privat kapital, maktspredning og mindre regulering og færre føringer på kulturlivets aktører og institusjoner. Dette gir et større mangfold blant kulturlivets aktører og større konkurranse. Derfor vil vi oppheve bokloven. Økt konkurranse vil gi lavere priser for forbrukerne og mer Regjeringen har gitt sin tilslutning til Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens nye bokavtale. Den nye avtalen bygger på gjeldende avtale, dvs. fastprisordning. Den gjelder skjønnlitteratur, sakprosa og faglitteratur i alle formater, litteraturabonnementsordninger og gjensidig leverings- og skaffeplikt. Avtalen tar også høyde for at vi lever i en digital tid. Det er et politisk mål at utviklingstakten for e-bøker økes. Avtalen legger bedre til rette for utviklingen i e-bokmarkedet. En mer dynamisk prissetting innebærer at e-boken ikke lenger har fastpris dersom det lanseres en pocketbok. Avtalen legger også bedre til rette for innovative distribusjonsløsninger som strømmetjenester. strømmetjenester. Det er dessuten gjort en innstramming av hvilke versjoner av en tittel som kan få en egen fastprisperiode. Med utgangspunkt i denne avtalen vil et utkast til unntaksforskrift sendes på høring, slik at ny forskrift vil være på plass i god tid før gjeldende forskrift utløper 31. desember i år.

dvs. at den utløper 31. desember 2016. Jeg er trygg på at den nye bokavtalen vil bidra til å ivareta og fremme norsk litteratur til det beste for leserne, enten de foretrekker papir eller lesebrett. Jeg registrerte at det var et par spørsmål når det gjelder EØS, og en del bekymring for at denne nye avtalen ikke skal kunne passere i EØS-systemet. Da har jeg lyst til å si at jeg opplever at dette er en hypotetisk problemstilling – Nærings- og fiskeridepartementet har gitt i oppdrag og fått til noen utredninger sammen med Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det har vært tre uavhengige utredninger som alle sier at dette ikke er noe problematisk. Jeg har også lyst til å legge til at jeg opplever problemstillingen som hypotetisk i dag, for så langt som jeg kjenner til, er det heller ingen som har klaget denne saken inn for ESA. Det blir replikkordskifte.

hun viser til at det er gjennomført tre utredninger. Da er mitt spørsmål til statsråden: Er det utredninger som er gjort av regjeringen, eller baserer man seg utelukkende på utredninger som er gjort av andre? Og kan statsråden nå garantere at dette ikke er EØS-problematisk? Det må være ganske viktig, for når regjeringen stiller seg bak en unntaksforskrift, vil det jo ikke være regjeringen som får problemer hvis forskriften ikke passerer ESA, det vil være de som har inngått avtalen.

problematisk. Så har jeg lyst å legge til at en selvfølgelig aldri kan garantere det. Jeg understreker at per dags dato er det ikke sånn – i hvert fall meg bekjent – at det foreligger noen sak, eller at noen har tatt denne saken inn for ESA i dag. Med det som bakgrunn, mener jeg at det er en hypotetisk problemstilling. Vi vil selvfølgelig følge denne saken nøye, men vi har ingen informasjon i dag som skulle tilsi at dette skulle være noe problem.

og sa at det likevel var ønskeleg. Han uttalte til nrk.no: «Vi ønsker å likebehandle moms på papir-, lyd- og e-bøker. Aller helst ønsker vi å kutte momsen helt.» Eg lurer på: Er det aktuelt for statsråden å vurdere å kutte eller fjerne moms på
Det er et spørsmål som regjeringen ikke har tatt stilling til. Vi har heller ikke tatt stilling til momsproblematikken omkring aviser. Det skal vi få rikelig anledning til å komme tilbake til. Der har vi foreløpig sagt, i vår erklæring, at vi skal ha en lav moms. Det er noe som jeg på et senere tidspunkt vil komme tilbake til. Når det gjelder bøker, har vi ikke tatt stilling til det. Flere, inkludert statsråden, har

Flere av de store kulturnasjonene i Europa har gjort det. Det var også ambisjonen med bokloven. Det at regjeringen har lagt opp til å trekke bokloven, og det at man i tillegg skal ha bare toårige avtaler, vil jo føre til man gjentatte ganger må henvende seg til ESA for å få godkjent På hvilken måte bidrar statsråden til mer forutsigbarhet og klare rammevilkår for bransjen ved å opptre på det viset? For det første er jeg veldig glad for at vi har en felles forståelse for de litteraturpolitiske målene. Men vi har altså forskjellig syn på hvordan man best ivaretar dem. Regjeringens prinsipielle standpunkt er at en frivillig bokavtale faktisk gir bedre rammevilkår for bokomsetningen enn det boklovens obligatoriske bestemmelser vil gjøre. Så er det også slik at vi mener at en bokavtale gir en bedre mulighet for å endre kurs, dersom det skulle vise seg at de litteraturpolitiske målene ikke oppnås ved hjelp av den innretningen på bokavtalen. Det tror jeg også er grunnlaget for at vi nå har sagt at vi vil ha den avtalen for to år. Så får vi se utviklingen an, ikke minst hvordan det utvikler seg med tanke på, som jeg også sa i mitt innlegg, at vi står midt i en digital revolusjon, og det er mange utfordringer som vil komme til å møte oss i årene som kommer. Ja, det er helt riktig, og det er klart at med bare toårige avtaleperioder, blir det gjentatte runder med forhandlinger med ESA. ESA. Da har vi noen ytterpunkter. Jeg hørte statsråden si at det bare er hypotetiske problemstillinger – hvis ESA sier at en avtale ikke godkjennes. Men dette skal jo skje hvert andre år. Hvis det skulle skje, har vi da det ene ytterpunktet som Ib Thomsen fra Fremskrittspartiet representerer; han sier at da er alternativet fripris. Så har vi kanskje det andre ytterpunktet, med Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, som sier at et av de viktigste prinsippene her er fastpris. Hvis det skulle skje en gang i framtiden, tror jeg i hvert fall det er viktig for bransjen å få et signal om dette. Vil statsråden da gå i retning av fripris, eller vil statsråden gå i retning av å prøve å finne et rammeverk som sikrer fastpris? Når regjeringen nå har valgt å foreslå at vi skal ha en toårig avtale, ligger det ikke nødvendigvis i det at man trenger å starte fra scratch for å framforhandle en ny avtale. Det er også en mulighet at man kan forlenge den avtalen som er. Det kan jo tenkes at det kan være i alle parters interesse. Grunnlaget for at vi har valgt to år, var, som jeg sa, at vi står midt i en digital revolusjon, som innebærer at distribusjonsløsningene endrer seg – og de kan komme til å endre seg drastisk. Boken som produkt kan komme til å endre seg, og det norske bokmarkedet må også forholde seg til et globalt marked på en helt ny måte. Det er det som er grunnlaget for at vi har valgt å ha denne avtalen for kun to år. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen

kunstnerne. Når det i denne saken gjaldt å sikre denne rettigheten, var det derfor ikke vanskelig å få enighet i komiteen. Proposisjonen følger ikke bare opp og harmoniserer de norske reglene med reglene i resten av Europa, men også med andre kunstnergrupper. Her sørger vi for at opphavsmenn og -kvinner til lydopptak og musikk med tekst får utvidet sin vernetid på lik linje med det som før er gjort for øvrige Det er rett og rimelig, og etter hvert også avgjørende, i en stadig mer internasjonal deling av kunstneriske uttrykk på tvers av landegrenser og plattformer. Det er liten tvil om at opphavsrettigheter blir utfordret gjennom de muligheter for deling som stadig dukker opp gjennom nye digitale medier og muligheter. Jeg er derfor glad for at departementet nå er i gang med en Det er også en vanskelig balanse som skal ivaretas, mellom opphavsretten og beskyttelse av kunstnerne på den ene siden og muligheten for formidling og bruk på den andre siden. I tillegg til god og robust beskyttelse av åndsverksrettigheter gjennom lovverket, er det derfor viktig at organisasjonene som forvalter rettighetene gjennom avtalelisensordninger, sørger for smidighet i forvaltningen Det må bli enkelt for forbrukere som ønsker å betale rettighetshavere for opphavsrettsbeskyttet materiale de finner på Internett. På samme måte som man har desimert piratkopiering fordi det har blitt enkelt å kjøpe musikk og film på lovlig vis gjennom de store aktørene, må vi få enklere og mer brukervennlige løsninger for flere typer beskyttet materiale som allerede er tilgjengelig på nettet. Arbeidet med oppdatering av åndsverkloven blir utfordrende, men er både riktig og viktig. Den debatten skal vi ta når den kommer. I dag sørger vi for å verne om rettigheter og sørger for harmonisering av reglene i Norden og Europa. Det er

Vernetiden er betegnelsen på det tidsrommet verk og arbeider er vernet etter åndsverkloven. Innenfor EØS-området er reglene om dette harmonisert gjennom EUs vernetidsdirektiv. Forslaget fra regjeringen er en konsekvens av at det er foretatt endringer i vernetidsdirektivet, som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre. Lovforslaget består av følgende hovedelementer: For det første endres vernetiden for utøvende kunstneres og produsenters rettigheter til lydopptak fra 50 til 70 år. Forslaget vil styrke musikernes rett til å få inntekter fra sitt arbeid. Dette sikrer bl.a. at musikere kan få inntekter fra sin tidlige produksjon i hele sin levetid. For det andre innføres det nye regler som gir utøvende kunstnere rett til et tilleggsvederlag i den forlengede vernetiden. Dette vederlaget skal komme til gode dem som har overdratt rettigheter til et lydopptak mot et engangsvederlag. Forslaget innebærer at også denne gruppen utøvende kunstnere får ta del i de inntektene som endringen i vernetiden medfører. Hvert år i den forlengede vernetiden skal produsenten sette av 20 pst. av sine inntekter fra det enkelte lydopptaket. Dette beløpet skal fordeles blant de utøvende kunstnerne som har medvirket på lydopptaket. For det tredje innføres det nye regler som gir utøvende kunstnere adgang til å heve avtalen med produsenten dersom denne lar være å utnytte opptaket i tilstrekkelig grad. Den utøvende kunstnerens muligheter til å tjene penger på forutsetter at produsenten utnytter de overdratte rettighetene. I de tilfellene der produsenten i den forlengede vernetiden ikke tilbyr lydopptaket i markedet, åpner forslaget for at den utøvende kunstneren kan få tilbakeført sine rettigheter. Dette vil gjøre det mulig for den utøvende kunstneren selv å utnytte lydopptaket. Sist, men ikke minst foreslås det for det fjerde endringer i beregningen av vernetiden for musikkverk med tekst. Dette er verk som flere har bidratt til som komponist og tekstforfatter. I dag beregnes vernetiden for teksten og musikken hver for seg. Etter forslaget vil vernetiden være 70 år fra utløpet av dødsåret til den lengstlevende av komponisten og tekstforfatteren. Som saksordføreren redegjorde for, arbeides det for tiden med en helhetlig revisjon av åndsverkloven. Loven skal gjennomgås og gjøres enklere tilgjengelig for alle brukere av loven. Både språkbruk og oppbygging av loven skal vurderes på nytt. Det skal også vurderes endringer av regelverket på bakgrunn av utviklingen siden den siste større revisjonen, i 2005. Dette innebærer – som også komiteen minner om – at man i arbeidet skal ta hensyn til de mulighetene og utfordringene nye digitale løsninger gir. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Ingen har bedt om ordet.

la

sakene nr. 8–10, er de andre gangs behandling av lovsaker. Presidenten foreslår at sakene behandles samlet. – Det anses vedtatt. Det foreligger ingen forslag til anmerkning i noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Sak nr. 11 var referat. Referatet ble behandlet før sak nr. 1 i dag. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.